og veldig krevende. Så snakkes det mye

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Det voteres først over resterende saker fra torsdagens kart. Det gjelder sakene nr. 8–10 på dagsorden nr. 23. Under debatten har Torgeir Knag Fylkesnes satt fram ett forslag på vegne av

Det er forslag nr. 1, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet forslagene nr. 2 og 3, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 5–8, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 14, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 14, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 9–13, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 15–26, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 27–37, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslagene nr. 27, 30 og

forslag nr. 19, fra Une Bastholm på vegne av Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 20–32, fra Une Bastholm på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 33, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 34–47, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt forslag nr. 48, fra Une Bastholm på vegne av

for finansieringen, også utover femårsperioden. Senterpartiet fremmer derfor, sammen med Arbeiderpartiet og SV, et forslag der Stortinget ber regjeringen sørge for at flyktninger med særskilte behov som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt snarest,